Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt frem fire forslag. Det er forslagene nr.1 og 2, fra Marit Arnstad på vegne av Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne forslagene nr. 3 og 4, fra Ola Elvestuen på vegne av Venstre,

til utvidelser av markagrensen innenfor de geografiske områdene som er nevnt i loven.» Presidenten antar at Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet ønsker å stemme imot. Under debatten er det satt frem i alt fire forslag. Det er forslag nr. 1, fra Heikki Eidsvoll Holmås på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne forslag nr. 2, fra Heikki Eidsvoll Holmås på vegne av Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 3 og 4, fra Rasmus Hansson på vegne av Miljøpartiet De Grønne

presidenten

stinettet